sjølv. Det er eit paradoks at 16. april 2009, altså for nøyaktig eitt år og to månader sidan, kom det ein rapport til regjeringa. Den rapporten har vore etterspurd i denne salen fleire gonger, og han kom altså til Stortinget onsdag 16. juni om kvelden. Da partigruppene var på fest, blei rapporten delt ut i hyllene våre. Etter festen kunne me gå i gang med å lese rapporten. Ein kan kanskje tenkje at det var eit fordelaktig tidspunkt for Kristeleg Folkeparti! Paradokset er at i dag, fredag 18. juni, blir denne rapporten offentleggjord. Dette meiner statsråden er ein prosess som det ikkje er nokon grunn til å ta sjølvkritikk på. Nei, ingenting kunne ha vore gjort annleis. Men det viktigaste er likevel innhaldet i denne rapporten. For det Gassnova konkluderer med her, er fire konkrete konsept for hurtig gjennomføring. Ingen av dei fire konsepta som Gassnova peiker på, oppfyller utsleppsløyvet om reinsing i 2014. Dette veit me at statsråden har visst i eitt år og to månader. Så kom det eit nytt råd frå Gassnova 22. mars. Dette er eit råd som me berre har fått referert. Me har aldri sett det. Men følgjer statsråden den same tidsplanen, kan vel Stortinget vente å få sjå dette rådet sommaren 2011. Eg synest òg det er alvorleg at me ser akkurat den same tendensen frå har åtvara mot å ta ut det utbyttet som me kjem til å ta ut frå Baneservice i dag. Det er ikkje ein informasjon Stortinget har fått, men som me er blitt kjende med via TV 2 i går. Det er to ting som er veldig alvorleg i den saka. Det eine er at Samferdselsdepartementet har halde denne informasjonen hemmeleg frå dei fekk informasjonen den 25. mai. Det andre er at konsekvensane av det vedtaket me gjer i dag, blir dårlegare vedlikehald av jernbanen vår. Det har betydning for eit parti som Kristeleg Folkeparti, som har valt å støtte regjeringas auke til jernbanen, nettopp fordi me har fått garantiar for at det me løyver no, er det som Jernbaneverket ønskjer. Konsekvensane av vedtaket i dag blir altså det motsette.

noen ganger med bred enighet, andre ganger etter skarpe voteringer. For å nevne noe: Vi har under denne regjeringen styrket bevilgningene til vaksinering av verdens barn, vi har fått på plass et klimaforlik, håndtert den globale finanskrisen gjennom en rekke krisepakker, fått på plass 10 000 nye årsverk i pleie- og omsorgssektoren, økt minstepensjonen og gjort viktige grep i fordelingspolitikken, f.eks. gjennom formuesskatten. Da vi vant valget i 2005, stoppet vi skattekuttpolitikken og valgte å bruke pengene til oppgaver vi mente var viktigere. Nå er det de borgerlige partienes privilegium i sine forslag å budsjettere med penger som neppe hadde vært der hvis de selv hadde fortsatt å styre – fordi pengene allerede hadde vært brukt til skattekutt. Framover må hovedfokus være å få orden i økonomien, av hensyn både til konkurransekraften og til at vi skal levere fra oss noe som er bedre enn da vi begynte selv. I det reviderte budsjettet går det fram at inntektene har økt mer enn forutsatt i fjor høst. Disse inntektene brukes i hovedsak til å styrke budsjettbalansen. Dermed er vi nærmere 4 pst.-banen som handlingsregelen legger til grunn, enn tidligere antatt. Men det finnes også plass til viktige tiltak for verftsindustrien, arbeidsmarkedstiltak og penger til begynte som en krise i finansmarkedene, fortsatte med nedgang i innenlands etterspørsel, og har så spredt seg til eksportindustrien. Mange land har økt statsgjelden betydelig, og nå omtales en europeisk statsgjeldskrise med særlig fokus på situasjonen i Hellas og andre søreuropeiske land. Norges finansielle situasjon er få andre land forunt. Der andre har måttet ta opp statslån, har vi Arbeidsledigheten er rundt tredjeparten av arbeidsledigheten i Sverige og EU-området sett under ett, og kanskje rundt en sjettedel av ledigheten i Spania. Land som Kina og India har opprettholdt en høy vekst gjennom finanskrisen, noe som også har hjulpet Norge, som har utstrakt handel med asiatiske markeder. Samtidig er vi sårbare hvis veksten i Asia avtar. Kombinert med endret alderssammensetning i befolkningen og kreves det kanskje enda mer enn før en ansvarlig økonomisk politikk i tråd med det som finansministeren har bebudet. Høgre er Høgre er det partiet som best er i stand til å føre ein heilskapleg politikk som skapar dei verdiane som kan gje innbyggjarane gode velferdstenester og sikre ei positiv utvikling for landet og for innbyggjarane. Det har blitt stadfesta også gjennom handsaminga av revidert nasjonalbudsjett i dag. Den økonomiske politikken er avgjerande for å oppnå dette, og skatte- og avgiftspolitikken legg eit viktig grunnlag for verdiskaping også her i landet. Det er skremmande å sjå kor talentlause dei raud-grøne politikarane og partia er på dette området. Då statsbudsjettet blei handsama i desember, var biodieselavgifta eit godt døme på hovudlaus politikk frå dei raud-grøne partia. 3. juni handsama Stortinget ei sak om overgangsordningar for småkraftverk, der regjeringa hadde alle moglegheiter til å rette opp tidenes løftebrot mot 160 småkraftverk som tapar 1,2 mrd. kr på at dei ikkje kjem med i den grøne sertifikatmarknaden med Sverige. av eit av tidenes verste politiske løftebrot. Landbruksnæringa er ei viktig næring som slit med låg inntening. Inntekter frå småkraft ville vere med på å sikre inntektsgrunnlaget for mange bønder og grunneigarar i distrikta, og det er ufatteleg at særleg Senterpartiet kan leve med ei slik sak. Høgre ønskjer å styrkje inntektsgrunnlaget i heile småkraftnæringa. Derfor føreslår Høgre i revidert nasjonalbudsjett å fjerne grunnrenteskatten på småkraftverk opp til 10 MW. Det vil gje auka produksjon av fornybar energi, betydelege investeringar i distrikta og viktige inntekter for gardbrukarar og grunneigarar. Det sikrar også inntekter for framtidige generasjonar. I Nationen 4. mai uttalar styreleiaren i Eidsdal Kraft at vi blir skattlagde til konkurs. Det gjev eit godt bilete av regjeringa sin politikk overfor småkraftnæringa, og det syner realitetane av raud-grøn politikk. Ei anna viktig avgiftssak som også gjeld landbruksnæringa og næringsutvikling, er produktavgifta på saft – ei svært urettferdig avgift som råkar ei flott bedrift som Lerum i Høgre har ved fleire høve føreslege å halvere denne avgifta. Det ville føre til 16 mill. kr mindre i avgift for Lerum, og det ville styrkt denne bedrifta og sikre arbeidsplassane. Men også her stemmer dei raud-grøne partia imot. Etter så mange rundar i Stortinget med denne saka er det tydeleg at raud-grøne politikarar ikkje forstår kor viktig skatte- og avgiftspolitikken er for næringslivet, og det er også eit godt bevis på at raud-grøne politikarar frå Sogn og Fjordane ikkje har gjennomslag i eige

Ikke vil Siv Jensen svare på hvor mye penger de vil sette av til dette i neste års statsbudsjett, ikke vil Siv Jensen svare på hva tidsplanen for gjennomføringen av tiltakene er. Faktum er at prislappen på forslaget beløper seg til nærmere 800 mrd. kr – nær et helt statsbudsjett – og jeg skjønner godt at Jensen ikke vil opplyse om det, fordi det ville avslørt den manglende realismen og En annen opposisjonspolitiker, Høyres Ingjerd Schou, har gjentatte ganger kritisert regjeringen for å ta ut for høyt utbytte fra NSB. Hun sa endog til Dagens Næringsliv 12. april i år: «Da vi var små lærte vi at det var feigt å gi bort med den ene hånda og ta med den andre.» Hvordan forklarer hun da at Høyre foreslår høyere utbytte enn regjeringen i sitt alternative statsbudsjett, noe som vil få store konsekvenser for NSB, som trenger pengene til bl.a. nye tog? Jeg må si at jeg fikk en flau smak i munnen da jeg hørte komitéleder Hareide kritisere regjeringen i forhold til Baneservice, når også Kristelig Folkeparti foreslår å ta ut et langt høyere utbytte fra NSB enn det regjeringen gjør, med de konsekvensene det vil få for Etter vinterens togkrise viste det seg at det var større behov for penger til vedlikehold enn det Jernbaneverket ba om. Som regjeringen tidligere har fulgt opp anmodningen fra Jernbaneverket, gjorde vi det også nå, og har lagt fram 210 nye millioner til ulike vedlikeholdstiltak, bl.a. på Bergensbanen, Dovrebanen og Østfoldbanen. I tillegg bevilger vi 200 mill. kr mer til styrket vedlikehold av veiene og til planlegging av nye investeringer. 600 nye kilometer skal få asfaltdekke i løpet av sommeren. Jeg hørte representanten Hoksrud raljere over dette tidligere i dag. Men det er altså like langt som fra Alnabru til Alta og tilbake. Bare i Troms, som representanten Hoksrud brukte som eksempel, skal altså 64 små og store veistrekninger asfalteres i sommer. Kort oppsummert er forskjellen på opposisjonens fagre løfter og tomme ord og vår samferdselssatsning: Opposisjonen svartmaler, vi
Hans Olav Syversen får ordet. Siden representanten Bjørnflaten mener at vi har lagt inn et høyere utbyttekrav på NSB, kan jeg bare meddele representanten at kan jeg bare meddele representanten at det er feil. Presidenten regner med at det er flere, både fra Arbeiderpartiet og andre partier, som kommer til å snakke om dette, slik at det blir avklart i løpet av dagen.

Mens Høyre og Fremskrittspartiet vanligvis bedyrer at markedet og folk styrer seg best selv, har finanskrisen vist at markedet alene er utilstrekkelig. Regjeringen har vist styringsdyktighet ved å bidra til å dempe virkningen av finanskrisen i Norge. Jeg liker godt statsministerens utsagn om at markedet er en utmerket tjener, men en elendig herre. I dag skal vi se om statsbudsjettet har truffet blink, og ikke minst har vi muligheten til å justere kursen på områder som har endret seg siden statsbudsjettet ble vedtatt. Jeg er meget glad for at Stoltenberg-regjeringen har prioritert å holde en fast, stø kurs for den maritime næringen, for 17 av 29 verft står uten ordrer fra årsskiftet. De store offshoreverkstedene venter at de får utnyttet kun 60 pst. av kapasiteten i andre halvår i år, så vår bekymring er at det kan bli et betydelig antall permitteringer og oppsigelser i denne næringen framover. Derfor vil regjeringens bidrag i revidert bidra til å realisere lønnsomme prosjekter, legge til rette for omstilling å realisere lønnsomme prosjekter, legge til rette for omstilling og bygge kompetanse i disse bedriftene. Den bevilger i denne omgang til sammen 200 mill. kr til en innovasjonspakke. For å bidra til forutsigbarhet og trygghet i maritim sektor og øvrige eksportbedrifter økes den totale potten til GIEK med 10 mrd. kr til totalt 120 mrd. kr. Og skal nå få ta del i denne ordningen. Næringen selv og GIEK har bedt om at man må gjøre ordningen mer fleksibel og få flere inn under den. Det blir nå levert. Byggelånsordningen utvides til å gjelde også mindre skip og innretninger til havs. Videre reduseres kravet til norsk andel i prosjektene fra 50 pst. til 30 pst. for fastrentelån fra 108-ordningen under Eksportfinans. Og Og det åpnes for å gi garantier og lån som er av nasjonal interesse, noe som innebærer at andre leveranser enn dem fra Norge kan vektlegges i vurderingen av om prosjektet er kvalifisert eller ikke. Verftspakken inneholder altså mer penger til innovasjon, omstilling og kompetanseheving samt mer fleksibilitet og penger til GIEK og Eksportfinans.

«Problemstillingen knyttet til mulig helserisiko ved utslipp av aminer til luft tas derfor veldig alvorlig i det pågående planleggingsarbeidet på Mongstad.» Han viste til pågående forskningsprosjekter og skrev til slutt: «Jeg legger til grunn at det ikke vil være aktuelt å gi nødvendige myndighetstillatelser og konsesjoner til aminbasert CO2-fangst på Mongstad dersom slik aktivitet er

Jeg antar at det kan være tilpasset det politisk vedtatte tidsaspektet. Men det kanskje mest interessante i denne rapporten, som vi altså fikk tilgang til for to dager siden, finner vi i oppsummeringen av rapporten, kap. 7, punkt 3. Der står det at CO2-håndtering på Mongstad er helse-, miljø- og sikkerhetsstyrt på grunn av usikkerhet knyttet til aminutslipp. Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at det her er stor fare for at man ikke kommer i mål innen tidsaspektet fordi kreftfaren ikke lar seg avklare innen angitt tidspunkt, eller det kan bety at kreftfaren er så stor at aminbasert CO2-fangst ikke lar seg gjennomføre. Dette fikk ikke Stortinget vite noe om. Verken statsråden eller regjeringspartiene kommenterte vanskelighetene knyttet til amin da problemstillingen faktisk ble reist i Stortinget 7. mai 2009, mer enn en måned etter at rapporten var overlevert. Og lokalbefolkningen lever fortsatt i uvisshet. Jeg imøteser statsrådens forklaring på hva som er årsaken til at Stortinget ikke har blitt informert om et av de viktigste styringsparametrene knyttet til CO2-håndtering på Jeg ser at statsråden ikke er i salen akkurat nå, men jeg håper likevel at noen kan svare. Når man hører opposisjonens kritikk i media og i denne sal, skulle man tro at oljefondet er

Det har ikke regjeringen glemt. For regjeringspartiene er det utvilsomt hele folket i arbeid som er veien å gå og målet å nå. Vi kan ikke, slik finansministeren var inne på, sløse med arbeidskraft. Derfor er forslaget om økte midler til arbeidsmarkedsrettede tiltak på 245 mill. kr så utrolig viktig. Nettopp derfor satser denne regjeringen målrettet på slike tiltak – fordi vi ser at det virker. Jeg er fra en landsdel som er overrepresentert på statistikker over uføretrygdede og unge uten arbeid. Vi ligger også lavt på levekårsstatistikker og høyt på kriminalitetsstatistikker. Jeg er ikke i Derfor er det spesielt viktig for oss på Sørlandet at regjeringen fortsetter å fokusere på velferd og arbeid til alle. I Aust-Agder har vi flere flotte attføringsbedrifter som kan vise til gode resultater i sitt dagbaserte tiltaksarbeid. I Aust-Agder var hele 40 pst. av de på sykepenger tilbake i arbeid etter endt tiltaksperiode i 2009. Resten fant man andre løsninger for, f.eks. raskere attføring, omskolering eller utdanning. Attføringsbedriftene gjør en fantastisk jobb med å få mennesker til å finne en vei videre i livet. De er billigere enn døgnbaserte tiltak, de er mer effektive, og de har en oppgave som verken leger, institusjoner eller Nav kan fylle. Ikke minst tilpasser de seg behovene til hver enkelt, akkurat slik vi ønsker at de skal. Med vellykkede tall og lykkelige avslutninger er det liten tvil om at de utgjør en viktig rolle i samfunnet. Hovedpoenget er at folk blir holdt aktive i en periode da man har sagt at de ikke har evne til å bidra til samfunnet. Høyresiden er opptatt av menneskers økonomiske kapital, i regjeringspartiene er vi også opptatt av den sosiale kapitalen. Når mennesker faller utenfor, skal det så lite til før de blir der. de blir der. Det nettverket du får gjennom en jobb, den mestringen du føler, og den kunnskapen du opparbeider deg, er avgjørende for om du føler at du har en grunn til å stå opp om morgenen. Jo lenger du blir i den situasjonen, jo større sjanse er det for at du ikke kommer deg tilbake i arbeidslivet igjen. Regjeringen innser at det kun er sammen, i fellesskap, vi kan utvikle velferdsstaten videre. Da er det vårt ansvar å sørge for at alle kan ta del i det

de spillereglene som det norske demokratiet er bygd på. Forholdet mellom storting og regjering gjennom Grunnlovens prinsipper har vi også prøvd å lese oss fram til. Det er derfor forunderlig og forbausende å sitte og oppleve at en regjering tolker det å overholde sin opplysningsplikt slik at man har informert om innholdet i faglige rapporter fra egne faglige organer gjennom å meddele Stortinget at et prosjekt er krevende og utfordrende. Det er også forunderlig å oppleve en statsminister som sammenligner et mistillitsforslag og en kritikk av manglende oppfyllelse av opplysningsplikten overfor Stortinget med det faktum at opposisjonen selvsagt hadde ønsket at det skulle være en annen regjering til enhver tid. Når det så gjelder selve saken, sies det at vi må utsette rensingen på Mongstad fordi vi må forsikre oss om at løsningen på prosjektet blir så bra at resten av verden vil følge etter. Med den tidsplanen som kommer nå, er det jo et åpent spørsmål om hvem som vil følge etter hvem, men det er jo en annen sak. Parlamentarisk leder i Senterpartiet refererte til prosessen i USA bak den første månelandingen. Jeg må si at det hadde vært interessant å vite hvor mange faglige rapporter som de amerikanske presidentene mottok på 1960-tallet som varslet om at dette var et meget krevende prosjekt, at det var meget utfordrende, at det var faglig usikkerhet, og at det var usikkert om det var mulig å gjennomføre det, til og med om det var forsvarlig å gjennomføre det ifølge tidsplanen. Poenget er nettopp at det er evnen til å ta risiko, viljen til å gå foran, som verden etterspør, fordi de første prosjektene i enhver nyvinning vil bære preg av at man går foran og tar risiko. Grunnen til at den første og virkelige månelandingen lyktes, var lyktes, var at amerikanske presidenter hadde handlekraft, besluttsomhet og vilje til å gå foran og bære risikoen som resten av verden ennå ikke hadde våget å ta. Derfor lyktes man, på grunn av handlekraft helt til topps. Det ser ikke ut til at vi får noen ny månelanding, på miljøområdet, med statsminister Stoltenberg som anfører.

nemlig tilpasningen av AFP og tjenestepensjonen i offentlig sektor til pensjonsreformen. Det har så langt vært ganske vanskelig å få øye på Fremskrittspartiets pensjonsalternativ. Fremskrittspartiet nøyer seg vanligvis med å kritisere alt og alle, og i dette tilfellet i en slik grad at deres potensielle samarbeidspartnere i over Fremskrittspartiets økonomiske vidløftighet. Men i denne sammenhengen kom det til sist fram at Fremskrittspartiet er tilhengere av en forbedring av dagens pensjonssystem, med en pensjonsalder på 62 år. Det vil alene øke trygdeutgiftene med flere titalls milliarder kroner – hvert år – i tida framover. Beløpene vil øke i takt med aldersutviklingen. I dag forklarer Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Ulf Leirstein, at årsaken til at Fremskrittspartiet ikke tar høyde for sine mange ulike påplussingsforslag i sine alternative budsjetter, simpelthen er at de ikke blir vedtatt. Nettopp. De blir aldri vedtatt, og de kan aldri bli vedtatt, fordi Fremskrittspartiets forslag i sum vil øke trygdeutgiftene i en slik grad at det vil slå beina under hele pensjonssystemet. De vil simpelthen ikke ta inn over seg at prognosene for veksten i trygdeutgiftene faktisk kan bli avgjørende for utviklingen i norsk økonomi. For dersom utgiftene til trygdene fortsetter å øke i samme takt som hittil, vil det spise opp det meste av veksten i økonomien. Derfor har alle partier, unntatt Fremskrittspartiet, forlikt seg om et pensjonssystem som gjør det lønnsomt å stå i arbeid lenger, og som allerede virker. Det vil derfor forbause meg meget om ikke statsregnskapet for inneværende år vil vise at pensjonsreformen allerede har den forønskede virkning. Fremskrittspartiet stiller seg helt utenfor dette. De stiller seg også utenfor alle økonomiske sammenhenger. De har ingen økonomiske rammer. Hver gang noen setter fingeren på deres politikk, svarer de enkelt at dette må vi ha råd til i verdens rikeste land. Slik blir deres politikk et rent velgerbedrag. Pensjonistene vil aldri komme til å få en krone mer med Fremskrittspartiet, ikke engang om partiet formodentlig skulle komme til

så framstår ho noko annleis sett utanfrå. Om regjeringas politikk var så vellukka, korleis kan det då ha seg at 22 av 24 medlemer i Selje Arbeidarparti melder seg ut av partiet i protest mot regjeringa sin politikk? Vi ser at lokalsjukehusa i Lærdal og Nordfjordeid blir reduserte til distriktsmedisinske senter, mens ventelistene aukar. I Kristiansund samla meir enn 10 000 personar seg i protesttog mot planane om også å gjere sjukehuset der om til I Volda skreiv meir enn 13 000 personar under kravet om å få behalde lokalsjukehuset sitt. Fjerning av akuttilbod og fødetilbod er altså medisinen Arbeidarpartiet skal føreskrive for å byggje vidare på fellesskapets helsetilbod – det same partiet som har teke mål av seg til å bli det dominerande partiet frå Kristiansand Eg trur dei må føreskrive ein litt annan medisin enn det. Så nokre ord om Mongstad. Posisjonen seier at arbeidet på Mongstad er det viktigaste i samband med reinsing og klima. Komitéleiar Erling Sande fortel at komiteen har sendt eit betydeleg tal med spørsmål og fått svar på dei rapportar. Når det er slik at ein nærmast må hale svara ut og rapportane innleiingsvis er så sladda at dei nærmast er utan informasjonsverdi, seier det sitt. Regjeringa har også frå fagmiljøa fått klare signal om at tidsramma for Mongstad-prosjektet og månelandinga var urealistisk. Ja, mange meiner denne kunnskapen var kjent så tidleg at stortingsvalet stod på spel. Det viser ein desperasjon og ein ein arroganse eg håpte ikkje fanst. Når representanten Pedersen avsluttar replikkvekslinga med å seie at ho trudde ikkje at Kristeleg Folkeparti ville gå i bresjen for å fjerne sladden, ja då synest eg toppen er nådd. nådd. Norge sitter på den grønne gren. Ikke takket være den rød-grønne regjeringen, men takket være enorme olje- og gassinntekter går vi motstrøms i en tid der andre land sliter med store underskudd i sine statsfinanser og arbeidsledighet på tosifret nivå. Men vi vet at disse inntektene ikke varer evig. Derfor må vi sette vår lit til at det norske utdanningssystemet skal foredle nye som kan gi oss andre og flere bein å stå på. Den nye NHO-presidenten har påpekt at kinesiske skolebarn arbeider 3 000 timer årlig – 50 pst. mer enn et normalt arbeidsår – og at det er disse barna våre skal konkurrere med i fremtiden. Det er en viktig påminnelse om at vi i en globalisert verden må være like opptatt av konkurransen fra Kina som fra våre

og skolen er for mange et spørsmål om å velge minste motstands vei. For Høyre er det et stadig større paradoks at vi har bak oss flere kronår i norsk økonomi uten at regjeringen har evnet å gi utdanning og forskning et nødvendig løft. Et utdanningssystem av ypperste klasse er for Høyre det fremste forsvarsverk for bærekraftig velferd og for å sikre landets innovasjons- og konkurranseevne Derfor har Høyre også i revidert prioritert utdanning og forskning for å ruste landets elever, studenter og lærere til å bygge kunnskapsnasjonen videre. Det er uforståelig at regjeringen holder igjen når andre land satser og har større ambisjoner for sin utdanningssektor. Også Høyre er opptatt av at sektoren skal bruke pengene bedre, men økte basisbevilgninger til universiteter og høyskoler er nødvendig for å opprettholde undervisning og forskning av høy kvalitet i møte med yngrebølgen. I grunnskolen må takten i etter- og videreutdanning av lærere opp. Høyt kvalifiserte lærere er nøkkelen til bedre elevprestasjoner på alle nivåer. For en kunnskapsminister fra SV som sier regjeringen vil bekjempe forskjeller i utdanning, er det mildt sagt pinlig at man i revidert nasjonalbudsjett utraderer pc-tilskudd til dyslektikere og sender regningen til kommunene uten inndekning. Regning uten inndekning er SV-politikk i kjent stil, og i dag forsvarer SV usosiale kutt som rammer de svakeste og skaper større forskjeller. Partiets slagord, Ulike mennesker – Like muligheter, blir da helt uten realitet.

Men oppsummert så skulle vi finne en teknologi som er både sikker og økonomisk god for å kunne møte utfordringer, også for neste generasjon. Det var også å bytte ut gamle, oljefyrte kjeler i en raffineriprosess som hadde teknologi fra 1960-tallet, for å få det mer miljøvennlig. Vi skulle også levere energi offshore, til Gjøa, som en del av Norges politikk for faktisk å få elektrifisert sokkelen vår. Dette er alle sammen bærekraftige, langsiktige utviklingsprosjekter. Denne teknologien eksisterer ikke i dag, og derfor er vi nødt til å ta et grep. Da er det noen viktige momenter, som jeg føler skaper usikkerhet om saken, som reiser seg i dag. Høyre reiser i dag tvil om TCM er prioritert, siden den opprinnelige planen er forskjøvet. Skal vi gjennomføre forskningsprosjektet? Kristelig Folkeparti går enda De ønsker å stanse varmekraftverkets utslippstillatelse og vil trekke den tilbake. Skal vi tilbake til 1960-tallets oljefyrte kjeler, eller skal vi gå for en moderne gassproduksjon? Jeg tolker det slik at Kristelig Folkeparti ønsker å stoppe varmekraftverket, og at Høyre ønsker å skape usikkerhet rundt CO2-forskningsprosjektet. Dette er ting som regionen i alle fall hadde hatt stort behov for å få tilbakemeldinger på, med tanke på politikken som gjelder for Høyre og Kristelig Folkeparti for framtiden. Den store saken i dag er

for framtiden. Den store saken i dag er selvsagt det framsatte mistillitsforslaget mot olje- og energiministeren. Det er ikke noe nytt i at opposisjonen ønsker å bytte ut våre statsråder – det er snarere en naturtilstand. Men det sentrale punktet her er likevel hvorvidt statsråden har overholdt overfor Stortinget. Har Stortinget fått tilstrekkelig og relevant informasjon, på riktig tidspunkt? Og videre: Er eventuelle motforestillinger tilstrekkelig belyst? Opplysningsplikten, sammen med sedvane, Grunnloven og Frøiland-utvalget, og videre Stortingets egen behandling av dette, rommer nemlig begge deler. Dette er en definisjon og en praksis som Senterpartiet stiller seg hundre prosent bak, i likhet med resten av Stortinget. Det er dermed full enighet om kjørereglene mellom regjering og storting. Det er også full enighet om betydningen av nok og tilstrekkelig informasjon til Stortinget som grunnlag for vedtak og beslutninger. Det kan høres ut som en selvfølge, men jeg føler likevel behov for å si fordi jeg gjennom debatten ikke bare har ant, men vi har også gjentatte ganger fått uttalt beskyldninger fra opposisjonen om at vi ikke respekterer disse spillereglene. Det vil jeg ta avstand fra. I tillegg til de sitatene om opplysningsplikten som opposisjonen har skrevet inn i innstillingen, er det også et faktum at når det gjelder forhold som må anses som allment kjent,

de kjørereglene som Stortinget selv har vedtatt, i 2002–2003, i tilknytning til det såkalte Frøiland-utvalgets innstilling. Arbeiderpartiet arbeidet veldig intenst med denne innstillingen, stilte seg helt og fullt bak den, og vi har fulgt disse kjørereglene, både i opposisjon og i posisjon, gjennom de årene som er gått siden den Det er en selvfølgelig ting at Stortinget skal ha alle de relevante opplysninger som er nødvendig for at Stortinget skal kunne fungere som en riktig og god nasjonalforsamling og treffe de riktige vedtak på riktig og opplyst grunnlag. Så konstaterer jeg at representanter for opposisjonen sier at vi gjennom denne debatten og gjennom denne dagen gjør forsøk på å sette en ny standard. Det mener jeg er politisk usaklig, og jeg mener gjennom dette innlegget å få sagt veldig tydelig at vi mener selvsagt at opplysningsplikten er ivaretatt i denne saken, helt og fullt. Derfor står vi på trygg grunn når vi sier nei til mistillitsforslaget mot statsråd Riis-Johansen. Så vil jeg si – som et annet aspekt ved dette: Denne debatten skal jo være opplysende for behandlingen av debatten skal jo være opplysende for behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, men den skal også være opplysende for grunnlaget for mistillitsforslaget. Der har opposisjonen sagt sitt. Jeg hører det og har respekt for det. Men i replikkvekslingene her, særlig med de parlamentariske ledere, ble det fra vår side stilt mange relevante spørsmål som skulle ligge til grunn for de vedtak som Stortinget senere i dag skal gjøre. De svarer ikke. Siv Jensen ble spurt av vår parlamentariske leder om masse relevante forhold. Hun holdt en tale om noe helt annet. Det er heller ikke noen god praksis i denne salen. Jeg spurte representanten Høybråten om hans kommentar til hans miljøpolitiske tidligere meninger om at det var mulig at Mongstad-utbyggingen måtte utsettes. Han holdt en tale om noe helt annet. Det er heller ikke noen god praksis i en sak hvor disse folkene står bak et mistillitsforslag mot en statsråd. Men prisen tok representanten Solberg, som veldig stygt antydet at direktøren i Gassnova var instruert av regjeringen til å si at det var først nå det var riktig av Gassnova å si at man måtte utsette utbyggingen. Det er med skam å melde en uttalelse som ikke er denne salen verdig. Presidenten vil minne om at taletiden er begrenset til 3 minutter. Jeg synes også det kan være grunn til å dvele ved opplysningsplikten og dens innhold. La meg først imidlertid rette en liten historisk en passant til

Jeg minner om at det er kun noen få måneder siden Sivilombudsmannen måtte komme med en særskilt melding til Stortinget fordi statsråd Terje Riis-Johansen ikke ville gi Sivilombudsmannen de opplysninger han har krav på etter loven. Da la statsråden seg flat i Stortinget, og det var bra. Så, denne uken, Så, denne uken, hadde vi debatten i går om kryptering av helseregistre. Der har regjeringen ikke fulgt opp Stortingets vedtak, og de har heller ikke gitt beskjed til Stortinget om at man ikke kunne eller maktet å oppfylle Stortingets vedtak. Hva er det da posisjonen greier å si som en forklaring og kanskje en halvveis imøtekommelse? Det er at jo, man burde vurdert om man burde komme tilbake til Stortinget med en proposisjon om en annen ikrafttredelsesdato. Og så har vi den saken vi debatterer i dag. Jeg må si at jeg føler virkelig at posisjonen her setter en annen standard for hva

De partiene som utgjør flertallet i dag, skal formodentlig også komme i opposisjon en dag, og da må man vel ta inn over seg hvilken terskel man nå har satt for sin egen forståelse av opplysningsplikten. Av og til under denne debatten har jeg hatt følelsen av at opplysningsplikten nærmest koker ned til at det Stortinget ikke har fått kjennskap til på annen måte, det skal regjeringen komme med. Men det er vitterlig det motsatte som er standarden for regjeringens

Utsettelsen av fullskalarensing på Mongstad vil medføre en betydelig økning av de nasjonale utslippene våre. Hele 2,5 pst. av Norges samlede klimagassutslipp vil dette prosjektet på Mongstad – hvor rensing nå er utsatt – bidra med. Samtidig kan jeg minne om at vi har forpliktet oss til å redusere utslippene av klimagasser med 30–40 pst. innen 2020. Gjennomføringsavtalen fra 2006 var et finstemt kompromiss mellom de forskjellige partiene i regjering, hvor alternativet til rensing i 2014 var å foreslå å avslå konsesjonssøknaden til Statoil fra kraftvarmeverket, eller å forlate regjeringskontorene – eller å skli på dato. Vi kjenner til hva kompromisset ble, de sklir på datoen i forhold til den seieren som ble feiret med inngåelsen av Soria Moria-erklæringen et år tidligere, der det heter at alle nye gasskraftverk skulle baseres på CO2-rensing. Og ikke nok med det, vi vet også at SV feiret Soria Moria-erklæringen med en pressemelding om at 15 års kamp om gasskraftverk nå Under behandlingen av sak nr. 2, som vi også behandler her i salen i dag, skriver miljøvernministeren til komiteen: «Regjeringen ønsker å gjennomføre fullskala CO2-håndtering på Mongstad, og det er derfor ikke aktuelt å trekke tilbake utslippstillatelsen. Vilkår og frister i en utslippstillatelse etter forurensningsloven kan endres dersom dette anses nødvendig når rammebetingelser og forutsetninger endrer seg. Endrede tidsfrister for når investeringsbeslutningen skal fattes innebærer at det på vanlig måte må søkes om endringer i utslippstillatelsen.» Svaret fra miljøvernministeren er en fallitterklæring for arbeidet med å redusere klimagasser i Norge og undergraver vår egen troverdighet. Kristelig Folkeparti mener at en konsekvent håndtering av utslippstillatelsen hadde vært vårt eneste troverdige at utslippstillatelsen bør trekkes tilbake, at Miljøverndepartementet deretter bør foreta en selvstendig og kritisk vurdering av vilkårene i utslippstillatelsen med utgangspunkt i miljøfaglige vurderinger, og at en eventuell ny utslippstillatelse må inneholde klare vilkår og tidsfrister som sikrer at rensingen kommer raskest mulig på plass igjen.

Opposisjonen har dokumentert en masse informasjon som har vært tilgjengelig i rapportene. Jeg merker meg at posisjonen mener at opposisjonen er blitt korrekt informert, men en klarer likevel ikke å vise til hvordan den informasjonen har kommet opposisjonen i hende. Ja, det er riktig som representanten Solhjell påpekte i et forsøk på å ta parlamentariske lederen i replikkordskiftet, at opposisjonen åpenbart har fått nyss om at det har vært utsettelse på gang, i og med at vi kan skrive det i en komitémerknad. Men det er ikke fordi vi har fått den informasjonen fra regjeringen at vi kommer med påstandene og stiller de spørsmålene. Det er fordi vi har omfattende kontakt med fagfolk. Vi har kalkulatorer som sier som så at hvis du slår inn 2012 og plusser på 4, så får du 2016, ikke 2014. 2014. Med den byggetiden alle snakker om, ville det ikke vært mulig å komme i mål i 2014, som regjeringen hevder. Det er ikke verre enn som så. Men det er jo nettopp det vi ser, at regjeringen har hatt informasjon om at det var urealistisk fortsatt å snakke om 2014. Den informasjonen hadde en allerede i april i fjor. Men en gir hele veien Stortinget et inntrykk av at 2014 står ved lag, selv om regjeringen vet bedre. Så hevder statsministeren i replikkordskiftet at informasjonsplikten er overholdt. La meg bruke et eksempel. Det går på dette med trinnvis rensing. Ja, Stortinget ble informert i én setning i statsbudsjettet for 2010 om at Gassnova bl.a. vurderer trinnvis rensing. Men i rapporten av 2. oktober 2009 står det at trinnvis rensing første trinn vil komme på plass tredje kvartal i 2015. Det betyr at en ikke lenger innfrir kravet om rensing i 2014. Kravet i utslippstillatelsen er altså frafalt. I tillegg har man et redusert anlegg, ikke et fullskalaanlegg, så man både forsinker det og reduserer omfanget. Det framkommer ikke i informasjonen til Stortinget. Der framkommer det bare at en vurderer en trinnvis greie, men ikke at omfanget reduseres og at det utsettes.

om at denne informasjonen foreligger? Det er ikke gjort, og dermed har han ikke argumentert på en troverdig måte mot de påstandene som opposisjonen kommer med. Derfor er det et fornuftig forslag å stemme for mistillit. Debatten begynner å gå mot slutten – tror jeg i hvert fall

Så jeg ber representanten Solberg klargjøre det. Jeg har inntrykk av fra representanten Solberg at det er den rapporten som er hele grunnlaget for mistilliten, og da er det underlig at ikke representanten nevner også den delen av rapporten hvis den skulle være grunnlaget. For der slås det helt klart fast at det er mange ulike tekniske løsninger som kan realiseres innen 2014. Så ble det også hevdet fra Høyres side at det ikke var blitt informert om effekten man kunne få ved et testsenter for fullskalaprosjektet, at det var utfordrende å klare å dra nytte av testsenteret i realiseringen av fullskalaprosjektet. Det er også feil. For det står veldig tydelig og veldig klart beskrevet i St.prp. nr. 38 for 2008–2009 at det er utfordrende. Representanten Solberg sa også at de sikkert har fått beskjed om å komme med sin anbefaling, altså at Haugan i Gassnova skulle ha fått beskjed om å si det han gjorde. Det er en veldig sterk påstand, og jeg undrer meg over at en representant tar seg den frihet å si at regjeringen har gitt beskjed om at noen skal si noe som ikke er riktig. Det håper jeg at representanten Solberg bekrefter at hun ikke mente. Jeg tror ikke hun kan mene at regjeringen ringer rundt og gir beskjed om at folk skal si ulike ting for at det skal passe den politiske virkeligheten best. Til slutt vil jeg si at debatten her har synliggjort at grunnlaget for mistillitsforslaget har vært veldig opposisjonspartiene. Hele oppspillet til dagens debatt har vært veldig ulikt. Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet var tydelige på mistillit tidlig, Høyre og Venstre har ventet helt til siste liten. Også i dag har det vært veldig ulike begrunnelser. Heldigvis har vi et sikkert flertall i salen som mener at informasjonsplikten er overholdt på en god måte og har skapt et godt grunnlag i mange ulike runder når vi har diskutert Mongstad-saken, og statsråd Terje Riis-Johansen vil ha et trygt flertall bak seg når vi går til votering om litt.

bevislig kjente til, men spilte overrasket over i går, som er begrunnelsen? Er det Gassnovas rapport fra april 2009, som trass i hva Høyre hevder, ikke er en anbefaling fra Gassnova om utsettelse? Hvis ja, hvordan kunne da opposisjonen varsle mistillit lenge før denne rapporten ble omdelt? Vi har sett en opposisjon som det siste året har variert mellom å vite og ikke vite at det var usikkerhet knyttet til tidsplanen for Mongstad. Høyre og Fremskrittspartiets budsjettmerknad i fjor må være spesielt pinlig i så måte, og representanten Solvik-Olsen gjorde en lite overbevisende jobb for å bortforklare det. Et av de mer avgjørende øyeblikkene i debatten, synes jeg, var da Høyres leder, Erna Solberg, fra denne talerstolen uttalte at Gassnovas direktør var instruert av regjeringen i å tale usant. Det er en så grov påstand at en jo kan spørre seg om hvorfor Høyre ikke har fremmet mistillit mot regjeringen på dette grunnlaget. Svaret er selvfølgelig at påstanden ikke medfører riktighet. Det vet også Høyre selv. Derfor bør de avstå fra å komme med så grove beskyldninger i en debatt. Det er på dette punktet Høyres resonnement faller helt sammen. Det er kun om Gassnova har talt usant om at det var i mars i år at regjeringen fikk anbefalingen om å utsette fullskala rensing på Mongstad, kun

Derfor er jeg glad for at Kristelig Folkeparti følger regjeringens ansvarlige linje, og jeg håper at vi ikke ser flere slike forslag fra Kristelig Folkeparti. Jeg registrerer også at Kristelig Folkeparti, til tross for at det hele denne vinteren har vært rettet massiv kritikk fra Kristelig Folkeparti mot regjeringen og regjeringens samferdselssatsing, følger oss også på dette punktet i revidert budsjett. Jeg vil bare nevne noen eksempler på utspill som har kommet fra Kristelig Folkeparti denne vinteren. Man har altså ønsket en storsatsing på og et nytt forlik om jernbane. Kristelig Folkeparti mener at det har vært bevilget for lite penger til rassikring, at det har vært bevilget for lite penger til veier i nord, at det har vært bevilget for lite penger til trafikksikkerhet, og at det har vært bevilget for lite penger til E18. Likevel følger altså Kristelig Folkeparti – når det kommer til

veivedlikehold. Jeg er glad for at også Kristelig Folkeparti nå forstår at regjeringens bevilgninger ligger på et ansvarlig og riktig nivå, og at vi heretter blir forskånet for utspill fra Kristelig Folkeparti som ikke har dekning i deres egne budsjetter. Representanten

fremgår av resten av rapporten, f.eks. på side 21, der det står at forventet tidsspenn for hurtig realisering er «2015-2016». Senere i rapporten står det at teknologikvalifiseringen vil ta minimum seks år, mellom seks år og syv og et halvt år regnet fra oktober 2009. Og da var det dette med lommekalkulatoren igjen. Man kan styre landet uten, sier Willoch, men da må man være meget god i hoderegning. men da må man være meget god i hoderegning. Dette regnestykket trenger man ikke å være god i hoderegning for å ta, og det burde også representanten Trygve Slagsvold Vedum kunne greie. I alle senere henvisninger til tidlig realisering står det i rapporten 2015 i parentes. Et hovedpoeng er at forutsetningene for hele prosjektet er endret. Dette ble kommunisert i rapporten 15. april 2009. Det er et annet prosjekt enn det Stortinget la til grunn. Det er andre forutsetninger. Dette mener jeg er relevante faglige motforestillinger. Dette mener jeg er opplysninger som Stortinget burde hatt da det tok stilling til testsenteret bare noen få uker senere. Så er det ved flere anledninger trukket frem at opposisjonen visste at det ville bli Vel, opposisjonen hadde fått antydninger, bl.a. fordi Bjørn-Erik Haugan i Gassnova gikk ut i mediene 19. oktober 2009 og sa at månelandingen ville bli to år forsinket. Likevel har altså posisjonspartiene merknader i forbindelse med statsbudsjettet som slår fast at 2014 står fast. Vi må fastslå at statsråden visste og hadde fått informasjon fra Haugan om denne forsinkelsen, og at han burde ha informert Stortinget om det. Han kunne ha gjort det allerede i april 2009, før Stortinget behandlet saken om testsenteret på Mongstad, og han kunne ha sagt det under debatten i Stortinget, der han tvert imot fremholdt at 2014 sto fast, til tross for at han hadde fått anbefalinger og vurderinger som var stikk i strid med dette. Det er krevende for alle å følge med i denne debatten, tror jeg. opp mest mulig referanser til når man har nevnt noe i et eller annet papir, slik at det høres ut som om man har informert. Problemet er at de seks linjene som sto i revidert nasjonalbudsjett, ikke informerte om disse tekniske tingene som denne rapporten har vist oss at var der, og at det reviderte nasjonalbudsjettet kom etter debatten 7. mai, kom etter vedtakene. Før det

og hvis vi skal gå for 2014-konseptet, som sannsynligvis ikke blir realisert før i 2015 eller 2016, vil vi ikke få til noen månelanding, for da er det gammel, kjent teknologi som i så fall må brukes. Så har jeg nå lest vedlegget til rapporten – som Trygve Slagsvold Vedum har tatt opp flere ganger – som er en liste over mulige teknologier for såkalt short term. Men når man i rapporten

Så til replikkordskiftet tidligere og det som flere har påpekt: Jeg skal gjerne si at jeg tror ikke man instruerer om rådene, men det er ingen tvil om at jeg tror når man er så opptatt av forskjellen på rådene og denne samkjøringsrapporten, at det er klart at man har gitt beskjed om at man skal understreke når rådene har kommet. Og det er ingen i denne salen som har forsøkt å si at Gassnovas råd ikke kom før i vår, men informasjonsrapporten som Stortinget burde visst om, lå fremme 15. april 2009, og det er det ingen som kan argumentere seg bort fra. Og det er det som har vært Høyres utgangspunkt for dette mistillitsforslaget. Vi mener at den informasjonen vi har fått etter dette tidspunktet, har vært kritikkverdig. Men vårt grunnlag for å si at vi ikke vil gå til et kritikkforslag, men til et mistillitsforslag i salen her i dag, er at statsråden satt i denne salen med informasjon på et tidspunkt hvor Stortinget faktisk vedtok å behandle testsenteret, og hvor hele Stortinget var med på å si at dette testsenteret skulle legges til grunn for teknologivalg, design og annet, når man med samme tidsplan visste bedre. La meg først begynne med å si at jeg er

Men informasjonsplikten gjelder jo ikke opposisjonen – at de skal informere posisjonen om sine standpunkter. Det vi diskuterer her i dag, er jo at regjeringen ikke har levert den informasjonen som Stortinget mener de har hatt behov for, i en stor og alvorlig sak. For meg er det litt historisk å ha en alvorlig sak som mistillit er, nettopp på en sak om miljø.

da – SV og Senterpartiet – denne gangen så langt har valgt taburettene. Jeg ble litt skuffet da jeg ikke fikk svar på det jeg ba om tidligere. Jeg har tatt opp dette med aminfaren tidligere, og jeg har visst om at det ville det bli forsket videre på. Det har også statsråden svart meg på skriftlig tidligere. Men at det var så stor risiko, så lite kunnskap, at dette i seg selv er blitt tidsstyrende for prosjektet, fikk vi først tilgang på for to dager siden i den sluttrapporten som vi har diskutert mye her i dag. Men rapporten kom altså i april i fjor. Men jeg må bare gjenta at CO2-håndteringen på Mongstad, når det gjelder denne rapporten, er det man kaller HMS-styrt – helse-, miljø- og sikkerhetsstyrt. Utviklingen innenfor helse, miljø og sikkerhet er altså styrende for tidsaspektet i prosjektet. Det er et viktig styringsparameter knyttet til CO2-håndtering på Mongstad som Stortinget ikke har visst om. Dette er jo et område som lokalbefolkningen er svært opptatt av, og som den føler er usikkert. Dette ble tatt opp, som jeg nevnte i mitt innlegg, i debatten i Stortinget 7. mai i fjor. Det ble kommentert av flere fra opposisjonspartiene, men ingen fra regjeringspartiene heller ikke statsråden – kommenterte det den gangen. Jeg konstaterer at det er ingen fra regjeringspartiene eller statsrådene som kommenterer det i dag heller. Så det er mulig jeg er inne på noe – ikke vet jeg! Det at en er

ganske særnorsk, og Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker at en skal trekke tilbake utslippstillatelsen. Så når representanten Eriksen snakker om politikken, er det det som kanskje blir det store paradokset for mange av oss i dag: Det er ikke politikken i saken som er bakgrunnen for mistilliten, fordi den er ikke opposisjonen enig i. Det er en mistillit begrunnet med informasjonsplikten. Jeg mener at regjeringspartiene har redegjort grundig i dag begrunnet med informasjonsplikten. Jeg mener at regjeringspartiene har redegjort grundig i dag for at informasjonsplikten har blitt overholdt. Det er også slik at når en fremmer mistillit, som er alvorlig, burde det blitt både belyst og bevist hva som er grunnlaget for mistilliten, og hvordan det grunnlaget kan basere seg på at informasjonsplikten ikke har blitt holdt. Jeg mener at opposisjonen ikke har gjort det i dag. Jeg mener – og er veldig glad for – at regjeringspartiene tydelig har tilbakevist påstandene om at noe kritikkverdig har skjedd.

behørig vist til der, om helserisikoen, nettopp sagt at det ser en på som alvorlig, for vi setter ikke folks helse på spill. Det gjør heller ingen av de tre regjeringspartiene i denne saken. Så det blir galt å hevde at dette er en opplysning som kom fram i går i denne såkalte samkjøringsrapporten. Da er neste taler Ketil Solvik-Olsen. Det har blitt reist spørsmål om hvorvidt representanten Solvik-Olsen har mer taletid enn andre representanter, og Det har blitt reist spørsmål om hvorvidt representanten Solvik-Olsen har mer taletid enn andre representanter, og det er riktig. Etter forretningsordenen § 35 punkt a har saksordførerne og dertil hørende statsråder, i dette tilfellet Sigbjørn Johnsen og Terje Riis-Johansen, ikke de samme begrensningene i antall ganger de kan ta ordet. Det samme gjelder for øvrig statsministeren og parlamentariske ledere. Jeg ber om at

Så prøver en å gi et inntrykk av at opposisjonen er delt i begrunnelsen for kritikken og for mistilliten. Da ber jeg de representantene som hevder det, om å lese innstillingen. Det er satt av ti sider i den innstillingen som kun gjelder Mongstad-saken. Sju–åtte av de sidene er merknader fra en samlet opposisjon. Så er det noen små særmerknader etterpå, som ikke divergerer i forhold til sakens innhold, men som men som handler mer om de historiske perspektivene. Hvordan klarer en å hevde – med syv–åtte sider i innstillingen såpass tettskrevet som dette – at opposisjonen er splittet i måten en ser på dette? Det er også bare et forsøk på å forvirre tilhørere og er ikke en del av realitetene. Så mente representanten Serigstad Valen at undertegnede og opposisjonen hadde en dårlig bortforklaring når vi i budsjettinnstillingen i fjor høst skriver at vi mener det er blitt varslet om utsettelse. I den samme innstillingen fastholder regjeringspartiene at det skal renses i 2014, så det er åpenbart – bare implisitt – der at når regjeringspartiene fastholder 2014, har det i hvert fall ikke kommet noe signal fra regjeringen om en utsettelse. Men direktøren i Gassnova, det utførende organet til regjeringen, som miljøvernminister Erik Solheim på høringen i energi- og miljøkomiteen sa er de beste i verden på

Når direktøren i Gassnova – organet regjeringen har satt til å være den utførende operatør for dette, og som miljøvernminister Erik Solheim har sagt er de beste i verden – sier tre–fire år fra 2012, er det et åpenbart varsel i mine ører om at Gassnova mener at 2015–2016 er det tidligste du får fullskala rensing, gitt at du klarer å overholde fristen 2012. Nå klarer man verken fristen i 2012 eller den tidsplanen man selv hadde med utslippstillatelsen. med utslippstillatelsen. Når vi ikke skal kunne kalle det et varsel, hva i alle dager skal vi da kalle noe så tydelig? Jeg tror ikke at en direktør i et statlig organ går ut i en avis og sier noe sånt ved et uhell. Dette sier han fordi det er en overbevisning som hans organisasjon har. Jeg er rimelig overbevist om at dette har blitt kommunisert til statsråden, for i samme intervjuet er statsråden også med. Han var til stede. Det er åpenbart at statsråden måtte ha visst dette, men Stortinget ble ikke informert på noen formell måte om at denne informasjonen var tilkommet regjeringen. Der har han da brutt informasjonsplikten, og det kan dokumenteres i Dagens Næringsliv. Representanten Nikolai Astrup har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Så sier hun også at hun ikke har fått med seg grunnlaget for mistilliten. Da har hun åpenbart ikke vært til stede i salen. Jeg henviser henne til referatene fra debatten, spesielt mitt innlegg. Representanten Line Henriette Hjemdal har også hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Representanten Snorre Serigstad Valen mener at undertegnede spiller overrasket når det gjelder amin. For det første driver ikke Kristelig Folkeparti noe spill i For det første driver ikke Kristelig Folkeparti noe spill i denne saken. Vi har gått inn i realitetene, og det anbefaler jeg også regjeringspartiene her på Stortinget å gjøre. Og i realiteten står det i den rapporten som vi fikk på onsdag: «CO2-håndtering på Mongstad er HMS styrt pga usikkerhet knyttet til aminutslipp.» Det er noe helt annet enn det Stortinget seg forelagt 13. januar 2009. La meg sitere: «Det anses likevel, ut fra dagens kunnskap, at det ikke vil oppstå miljøskader av utslippene eller vesentlige luktproblemer.» Det er det som står i St.prp. nr. 38 for 2008–2009 i forhold til testsenteret. Det er en helt Vi spiller ikke. Vi går inn i realitetene, og dette er alvorlige realiteter.

Vi sender brev til statsråder. Vi får ikke engang en forklaring på hvorfor vi ikke får svar. Vi opplever rapporter som blir sendt til noen partier, først i form av burkarapporter, så kommer niqabversjonen, men hijabversjonen kom aldri. Vi opplevde at man ikke hører på hva de andre sier, noe som jeg mener devaluerer politikken. Det får politikken til å ligne med representanten Sund som sitter nederst, holder for ørene og sier: Jeg hører ikke, jeg hører ikke, jeg hører ikke, og med en miljøvernminister som står på toppen av sandhaugen og hopper, og sier: Jeg er konge, uansett. Jeg hadde trodd at dette skulle vært annerledes. Men det er i hvert fall ingen tvil om hva som blir Venstres stemmegivning. Vi kommer til å støtte det mistillitsforslaget som ligger på bordet.

at sakene nr. 3–14, som alle er forslag oversendt fra møtet den 14. juni, saker der det vanligvis ikke blir anmodet om debatt, kan behandles under ett. Sakene skal selvfølgelig bli votert over hver for seg, men presidenten ber altså om at vi tar eventuell debatt under ett. – Presidenten anser å ha fått salens godkjenning til det.

Jeg må

forslag nr. 12, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre forslagene nr. 13 og 14, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslag nr. 15, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre forslagene nr. 16–18, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti forslagene nr. 19–21, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet og Venstre forslagene nr. 22–24, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre forslagene nr. 25–46, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet

Venstre forslag nr. 105, fra Siv Jensen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre Forslagene er inntatt på sidene 292–322 i innstillingen, med unntak av forslag nr. 105, Forslag nr. 105, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, er et mistillitsforslag. Presidenten vil la votere over dette forslaget først. Forslaget lyder: «Statsråd Terje Riis-Johansen har ikke oppfylt opplysningsplikten overfor Stortinget i saken om bygging av testsenter og fullskala CO2-rensing på Mongstad. Statsråd Terje Riis-Johansen har

Den blir nok ikke så lang som ryktene sier. Jeg vet at mange representanter bl.a. både skal være ute på oppdrag og reise på vegne av komiteen i løpet av ferien. Derfor sier jeg lykke til med alt viktig arbeid som skal gjøres før Stortinget samles i plenum, og ha en god ferie i deler av den samme perioden. Forlanger noen ordet